forslaget dei har teke opp: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt.» Dermed er dei uenige med til og med Norges Jeger- og Fiskerforbund, for dei seier heilt klart og tydeleg at etter fem år er det forståing for at ein skal ha eit klart forbod mot bruk av blyhagl på skytebane og på våtmark. er det god dokumentasjon. Det dei seier, er at det er vanskeleg å få forståing for å ha dette forbodet på fastmark og over ope vatn – dei meiner at her er det ikkje god nok dokumentasjon. Mitt inntrykk her er at Framstegspartiet skal prøve å ri fleire hestar, at dei no skal framstille det som at dei òg er einige med Høgre og Kristeleg Folkeparti. Det er dei kanskje òg, i og med at dei har dei same merknadene og er saman om eit forslag. Men det faktiske forholdet er at Framstegspartiet har sagt at dei har sitt primære standpunkt, nemleg total oppheving av forbodet mot bruk av blyhagl. Jeg tar ordet for bare å svare saksordføreren. Det er for bare å svare saksordføreren. Det er helt korrekt som det står. Vi ønsker at Stortinget ber «regjeringen fremme forslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt». Sekundært ber vi «regjeringen fremme forslag om å oppheve forbudet mot bruk av blyhagl ved jakt på fastmark og over åpen sjø». Vi ser at vi ikke klarer å nå igjennom med det førstnevnte forslaget, fordi vi er alene om det. Så sier man at Norges Jeger- og Fiskerforbund ikke ønsker dette. Det er – med all respekt – ikke rett. Norges Jeger- og Fiskerforbund sier at de ønsker det vi går inn for, men det er nok lettere å få flertall for det sekundære forslaget. Derfor går vi for det sekundære. Vi vet at vårt primære forslag kommer til å bli nedstemt – og det er bedre å få det litt bedre enn sånn det er i dag. Så får vi heller i regjering prøve å gjøre den jobben vi skal gjøre – å få de andre til å gå inn for vårt syn.
har hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund, og eg må berre referere frå det skrivet som dei la fram som sitt syn: «Fem år etter innføring av et totalforbud er det fremdeles liten forståelse blant jegerne for forbudet. Dette på grunn av manglende faglig dokumentasjon av den reelle faren ved bruk av blyhagl på fastmark og over åpent vann.» Dei seier vidare: «På den annen side er det stor forståelse for forbudet mot bruk av blyhagl på skytebanene og i våtmarksområdene, der dokumentasjonen av skadevirkningene har vært god. Vi ser altså en klar sammenheng mellom forståelsen og den faglige grunnlaget.» Dette synest eg er klar tale: Norges Jeger- og Fiskerforbund er imot å bruke blyhagl på skytebanane og

Det er mulig at det er sagt i enkelte møter, men vi har også hatt møter der vi har fått sagt det som jeg sier nå. Går man inn på facebook, ser man at det ligger tre–fire sider om akkurat dette, og der er det over 100 000 medlemmer. Hvis man leser igjennom dette og ser det som sies der, kan jeg i hvert fall fortelle at jegerne vil én ting: men – som de også sier – det sekundære må være å få det bedre enn det er nå. Det eneste vi kan gjøre, er å prøve å få gjort dette ordentlig – få et totalforbud. Det er det beste. Men vinner vi ikke fram med det beste nå, får vi godta det sekundære. Så får vi ta kampen – Fremskrittspartiet kommer ikke til å gi opp denne kampen. Flere har ikke bedt om ordet til sak

sak nr. 8. I proposisjonen er det ikkje nokon forslag om endring i gjeldande rett. Regjeringa avgjorde ut frå fleire grunnar å slå i hop Direktoratet for naturforvalting og Klima- og forureiningsdirektoratet til eit nytt direktorat kalla Miljødirektoratet. Grunngjevinga for denne samanslåinga er kort referert i proposisjonen. Det medfører da behov for Det medfører da behov for namneendring slik at det blir heitande Miljødirektoratet i friluftslova og andre lover. Det er berre ein proposisjon med oppretting av namnebruken, som komiteen samrøystes støttar. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra
energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte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

vedtatt. I proposisjonen blir det føreslege endring i småbåtlova som inneber at det generelle forbodet mot bruk av vass-scooter blir oppheva. Samtidig føreslår departementet at det blir gitt høve til å fastsetje forskrift om nærare reglar for bruk av vass-scooter. Komiteen støttar at forbodet blir oppheva, og komiteens fleirtal støttar òg at det utarbeidast særskilte forskrifter for bruk av vass-scooter. Framstegspartiet og Høgre har eit eige forslag om å likestille vass-scooter med andre småbåtar. Det er fleire grunnar til at gjeldande regelverk bør endrast. ESA har påpeikt at regelverket ikkje er i samsvar med Regelverket i form av forskrift blei endra i 2012, men ESA meiner at desse forskriftene heller ikkje er i samsvar med EØS-avtala om fri bevegelse av varer. I proposisjonen skriv departementet at dei meiner det norske regelverket er innanfor det Noreg med sitt høge vernenivå for miljø og sikkerheit har høve til innanfor EØS-retten, men at regelverket er komplisert, og at det er ei utfordring for kommunen å få gitt forskrifter tilstrekkeleg raskt. raskt. Eg synest at dagens system unekteleg verkar noko komplisert. Kommunane kan i forskrift gjere unntak frå forbodet, såframt ikkje omsynet til miljø eller sikkerheit tilseier noko anna, men kommunane kan ikkje opne for vass-scooterkøyring i område som er skravert i eit vedlegg til regelverket. Vidare forbyr reglane kommunane å opne for vass-scooter i nærare spesifiserte type område vil medføre nemneverdig skade eller ulempe for miljø og sikkerheit. Utanfor desse områda har kommunane ei plikt til å opne for vass-scooterkøyring dersom det er søkt om det. Nå blir det føreslege, som nemnt, at det generelle forbodet blir oppheva, og at det gjennom forskrifter kan innførast forbodssoner rundt land.

Det er utvilsamt ei utfordring å finne fram til storleiken på forbodsområdet, reglar for transportkøyring gjennom området, kart over forbodsområda og ikkje minst tilgjenget til desse karta. Det har i høyringsrunden om lovendringa kome nyttige innspel som departementet har teke omsyn til i utarbeidinga av utkast til forskrift. forskrift. Komiteen er einig i at det ut frå ei samla vurdering er hensiktsmessig å gjere ei endring i regelverket. Komiteen legg vekt på at ein framleis har eit høgt vernenivå for miljø og sikkerheit, eit ønske om enklare regelverk for brukarar og myndigheiter og større sikkerheit for at regelverket er i samsvar med

Det er altså ok med eit framkomstmiddel med to hjul, eit føre og eit bak, men ikkje viss hjula er plasserte på sida av føraren. Bruk av vass-scooter burde faktisk få ei behandling på likefot med småbåtar og bli vurdert på likefot med desse fartøya. Ein kan spørje seg om det er namnet «scooter» som triggar forbodsmafiaen. Det er velkjent at snøscooter har lidt ein skjebne som har stått uavklart i Så til teksta i forslaget: «Departementet kan i forskrift gi nærmere regler for bruk av fartøy som nevnt i første ledd, herunder bestemme at bruk av slike fartøyer av hensyn til miljø eller sikkerhet ikke er tillatt i en bestemt avstand fra land…» Her legg ein altså opp til å ha eit lovverk som gjer det vanskeleg eller umogleg å bruke vass-scooter gjennom å krevje ein avstand frå land, som i praksis vil fungere som eit forbod. Dette er vi i Framstegspartiet sterkt mot. Eg viser også til at fleire høyringsinstansar, som eksempelvis Arendal havnestyre, ser det som lite formålstenleg å regulere ein bestemt farkosttype særskilt, og anbefaler at det heller utarbeidast nasjonale reglar som på generelt grunnlag regulerer bruk, irekna avgjerder om fart og støy, slik som det gjeld for vanleg båtbruk. Båtmagasinet meiner at vass-scooterar som nyttast i dag, skil seg markant frå såkalla jetski, som var utbreitt på det tidspunktet det generelle vass-scooterforbodet blei etablert. Moderne vass-scooterar støyer lite, dei har lite utslepp, og farkostane har òg ein nyttefunksjon. Det blir òg vist til at vass-scooterar lagar lite Det er med andre ord ingen tungtvegande grunn til dette forbodet som i praksis ligg i Prop. 82 L for 2012–2013 om bruk av vass-scooter. Eg fremjar hermed Framstegspartiet sitt forslag i saka. Representanten Oskar J. Grimstad har tatt opp det forslaget han refererte til. Bakgrunnen for denne saka er til. Bakgrunnen for denne saka er at ESA har nemnt at det eksisterande lovverket med forbod mot bruk av vass-scooter o.l. mindre motordrevne fartøy er i strid med EØS-avtala, på grunn av at det utgjer ein ulovleg importrestriksjon. Frå Høgre si side meiner vi at det ikkje er nokon grunn til å forskjellshandsame vass-scooterar i høve til andre motoriserte småbåtar. Vi kan godt forstå at ESA finn dette diskriminerande og meiner at det utgjer ei ulovleg Derfor røysta også Høgre imot forbodet mot vass-scooter då det blei innført i 2000. Høgre er glad for at det generelle forbodet mot bruk av vass-scooter blir oppheva, men vi er usamde i at det er behov for ei eiga forskrift om bruk av vass-scooter. Usemja i denne saka handlar mest om verkemiddel. Når det gjeld intensjonen både med forbodet og med heimelen for forskrifta, som regjeringa no foreslår, er vi samde i mykje av det. Høgre er samd i at vi framleis skal ha eit høgt nivå på vernet av miljø og tryggleik i den norske skjergarden og på innsjøane våre. Det finst ikkje tvil om at uvettig bruk av vass-scooter kan skape både farlege situasjonar og støyplager. Derfor må vi også ha eit regelverk som slår ned på uønskt åtferd. Etter Høgre si meining skil ikkje bruk av vass-scooter seg frå annan liknande bruk av motoriserte fartøy. Bruk av småbåtar med store utanbordsmotorar skapar i like stor grad farlege situasjonar, og støyplagene knytte til småbåtar kan vere like ille – om ikkje verre – enn støy frå ein vass-scooter. Høgre meiner derfor at det bør vere eit felles regelverk for alle typar motoriserte farkostar, anten det er båtar eller vass-scooterar, som vernar oss når vi ferdast på sjøen eller badar, og som gjer at vi unngår unødige støyplager. Det bør vere heimel for kommunane til å avgrense ferdsle med motoriserte fartøy, t.d. nær badeplassar der både småbåtar og vass-scooterar kan vere ein risiko for badande. Men vi har ikkje behov for ein eigen heimel for forskrift for vass-scooter. Vass-scooterar kan brukast til leik, utfalding og aktivitet på sjøen. Men uvettig bruk av vass-scooter kan også føre til farlege situasjonar både for brukaren og andre trafikantar på sjøen, samt badande, og den kan gje sjenerande støy for andre som er i skjergarden. Det er den uvettige bruken vi må slå ned på. Eg har ei kjensle av at forbodet mot vass-scooter er ein del av ein generell skepsis frå godt vaksne lovgjevarar mot nye aktivitetsformer som særleg er populære blant ungdom. For ei tid tilbake blei det her i denne salen peika på dei unødige restriksjonane vi har når det gjeld nye aktivitetar på fjellet, slik som t.d. kiting. Den gongen lova dåverande miljøvernminister at departementet skulle gå igjennom regelverket. Det blei nok kanskje gjort, men forbodet mot desse aktivitetane er likevel oppretthalde. Vi ser det også i mitt eige heimfylke, Sogn og Fjordane, at ei gamaldags bestemming mot motorferdsle i utmark stansar eit spennande prøveprosjekt med bruk av beltevogn for å transportere turistar til fjells i Balestrand. Vi har også forbod mot bruk av Segway, sjølv om det er blitt ein stadig meir populær aktivitet i andre land, og noko vi kan more oss med når vi er turistar i andre europeiske byar. Forbodet mot vass-scooter, og forslaget no om ein eigen heimel for forskrift for framleis å kunne forby vass-scooter, føyer seg inn i eit bilete der aktivitetar som er nye og moderne, blir sett på som farlege. Ja, hadde den same haldninga vore gjeldande i tidlegare tider, hadde det kanskje vore eit eige forbod mot bruk av motorsykkel i vegtrafikklova også. For å sikre at vi alle kan nyte livet i skjergarden og på innsjøane våre i fred og ro og utan risiko på grunn av uvettig køyring med motoriserte farkostar, er det behov for grunn av uvettig køyring med motoriserte farkostar, er det behov for eit strengt regelverk. Men det er åtferda som skal regulerast – ikkje typen farkost. Derfor fremjar Høgre forslag om å be regjeringa fremje endringar i småbåtlova som betyr at vass-scooterar blir handsama på line med andre småbåtar. Stortinget vedtok altså i 2000 et forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, og formålet var å verne allmennheten langs kysten for støy og forurensning, samt å unngå skader på dyre- og planteliv. I ettertid har EFTAs overvåkingsorgan, ESA, anført at det innebar en ulovlig importrestriksjon. importrestriksjon. Miljøverndepartementet har da valgt å endre forbudet mot vannscooter, slik at man heller får en regulering av bruken. Men formålet – og det er viktig! – er det samme som i 2000, nemlig å verne allmennheten mot støy og forurensning. Jeg har hatt møter med vannscooterentusiastene, og jeg er kjent med at det har skjedd endringer når det gjelder vannscooter de siste årene, både med hensyn til støy og forurensing, men for så vidt også med nyttebruk. Noe av begrunnelsen for forbudet i 2000 var jo at vannscootere ikke hadde noe nytteformål. De var egentlig bare egnet til støyende rekreasjonskjøring som vi helst vil unngå helt tett inn langs kysten, langs strendene, slik reglene nå vil gjelde. Slik sett kan det argumenteres slik Høyre vannscootere burde behandles på linje med andre småbåter. Det ville etter min mening gjøre at vi kanskje fikk behov for en helt ny gjennomgang av regler for bruk av småbåter med tilsvarende støy, fart og forurensning. At det finnes RIB-er eller andre båter som bråker og går like fort som vannscootere, er altså ikke et argument for å tillate vannscooter. Det må i så fall være et argument for å lage restriksjoner også for andre båter, for vi ønsker ikke mer støy eller forurensning. Jeg ser heller ikke da behovet for å introdusere nye fartøyer som vil medføre slik støy og forurensing. Så vil jeg peke på at lovendringen altså omhandler vannscootere og liknende mindre fartøyer. Klassifiseringen av hvilke fartøyer som faller inn under de nye reguleringene, skal foretas av Sjøfartsdirektoratet. Til nå har definisjonen vært at sitter du inni den, er det båt. Sitter du oppå den, er det scooter. De definisjonene vil sannsynligvis gli inn i hverandre, og jeg tror at Sjøfartsdirektoratet har et utfordrende arbeid, og jeg tror ikke at politikerne bør gå inn i de tekniske spesifikasjonene, men holde seg til det som var formålet for lovendringen i 2000, nemlig å beskytte allmennheten mot støy og forurensing – et formål som har fått overveldende støtte i

opplevd forskjellig ut frå korleis desse fartøya blir køyrde. Så er det også sånn i visse delar av landet at det ein vil definere som fritidsbåtar, kanskje i langt større grad blir nytta til nyttekøyring enn rekreasjonskøyring, mens vass-scooter i all hovudsak vil vere knytt til rekreasjonskøyring. Så må eg seie at for Senterpartiet er der vi meiner dei beste løysingane ville vere utforma kommunalt gjennom plan, og der ein kunne ta omsyn til at støy og forureining blir ulikt sett på ut frå kvar i landet ein er. Det ville gitt rom for eit regelverk som hadde legitimitet, og kunne då skape nødvendige og gode debattar lokalt ut frå det som var lokale ynskje og lokale behov.

bety. Proposisjonen gjeld forslag om å endre småbåtlova, slik at bruk av vass-skuterar vert tillate utanfor definerte belte langs kysten. Forbodsbeltet og nærmare detaljregulering vil verte fastsett i forskrift før sommaren. Forslag til forskrift er sendt på høyring. I høyringa er det føreslått eit belte på 400 m frå land i sjø, og

og kan køyrast i høg fart òg i grunne farvatn. Miljøomsynet er òg viktig. Strandnære område er viktige for mykje dyre- og fugleliv, og køyring av vass-skuter i høg fart i slike område kan ha eit særleg skadepotensial. Så er det omsynet til tryggleik. Hastigheit og manøvreringseigenskapane kan gi større ulukkesrisiko enn dei fleste vanlege båtar. Ulukkesstatistikk frå andre land der vass-skuter er utbreidd, tilseier ein høgare ulukkesrisiko. Statistikk frå USA frå 2011, t.d., tilseier at vass-skuterar står for

hopp. Eg trur det er bra at vi no får eit etablert regelverk på plass, og eg er glad for at det er tilslutning for det i Stortinget. Det blir replikkordskifte. Eg må seie at eg undrar meg litt over argumenta som kjem på bordet her med tanke på beskrivinga av vass-skuter. Statsrådens eiga beskriving av vass-skuter er ganske lik det ein kan finne i ei beskriving av

som representanten Lødemel var inne på, aktivitetar som ungdom gjerne er med på, og gjerne ungdom som har all grunn til å kome seg ut og rive seg laus frå både spel og pc, som aktiviserer seg på denne måten. Så høyrer vi representantar frå regjeringa som seier at det ikkje er så stort behov for å regulere med unntak av at det er måten det blir køyrt på som er problemet. Det kan jo ikkje vere ei samla vurdering knytt til at det er måten det blir køyrt på, som gjer at ein konkluderer som ein gjer. Eg er ein varm tilhengjar av ungdomsaktivitetar – dei utandørs, og spel og pc er ikkje så dumt det heller. Det er ikkje det, eg trur vi er litt på eit blindspor dersom vi no trur at det er det dette dreiar seg om. Det er ei vurdering av dei ganske ulike forholda som eg gjekk gjennom – miljø, støy, friluftsliv, tryggleiksomsyn og omsynet til naturen og naturområda – som har gjort det. Så må eg berre leggje til grunn i debatten at det vi no gjer, er at vi i dag har eit forbod, og etter ein prosess liberaliserer vi det no og opnar for langt meir omfattande bruk av vass-skuter i Noreg,

er. Dette er ei liknande sak som vi har hatt før her i salen: Det er restriksjonspartiet SV som står fram i lag med resten av regjeringa. Vi ser her ein mistillit til folk flest med tanke på korleis dei kan bruke eit fartøy som ein vass-skuter. Vi ser òg mistillit til at kommunane skal vere i stand til å regulere innanfor dei ønske og dei hensikter ein har i kvar kommune. Mitt spørsmål til statsråden er: Kvifor trur ikkje statsråden at kommunane sjølve er i stand til å føreta dei vurderingane som statsråden her ønskjer å fastleggje gjennom forskrifter? Kvifor trur ikkje statsråden at kommunane sjølve er i stand til å ta desse vurderingane? Eg trur det er fornuftig å Eg trur det er fornuftig å ha eit felles regelverk. No får vi eit langt meir liberalt regelverk enn det vi har hatt. Vi har hatt eit generelt forbod, no opnar vi for omfattande køyring, men innanfor rammer som tek omsyn til miljø, friluftsliv og andre forhold. Eg trur det er lettare å praktisere eit regelverk som er likt overalt rundt omkring i Noreg, enn eit som varierer. Derfor trur eg det er ei rimeleg og fornuftig ordning vi no legg opp til. Replikkordskiftet er

minutter. Dagens debatt dreier seg om at politikere, departement og tjenestemenn på alle nivåer skal ha rett til å detaljstyre alt som kan beskrives som fritidssysler, kanskje til og med fritidssysler som mange mennesker i vårt land setter svært stor pris på. på. Når vi i dag diskuterer bruk av vannscooter, er det veldig lett å trekke fram en annen gjenganger som årlig behandles i Stortinget, nemlig lokalpolitikernes rett til selv å bestemme hvem som skal kjøre og hvor det skal kjøres med snøscooter på snø. Denne retten kan ikke den sittende regjering gi fra seg til lokalpolitikerne. Hva er så en vannscooter? Fantasien trenger ikke være særlig utviklet for å se at dette er et motordrevet utstyr som til all forveksling er lik småbåter. Vannscooter larmer en god del, men det gjør også mange andre redskaper og utstyr som jeg kan komme på i farten. Hva med små båter med påhengsmotorer? Disse bråker også mye og kan nok være til irritasjon Skal eller burde regjeringen også forby all rekreasjonskjøring med småbåter? For å komme til min hytte som er lovlig bygget innenfor 100-metersgrensen til strandplanloven, må jeg benytte min 12 fots Pioner med påhengsmotor. Denne motoren bråker mye, og jeg kunne i løpet av en time kommet til hytta uten å bruke båt. Burde luksusutstyret på grunn av larmen? Heldigvis har små og store båter med påhengsmotorer vært i bruk så lenge at denne bruken nok vil fortsette i all fremtid. Vannscootere bråker, men det gjør også motorsager og vindmøller. Motorsager kan stoppes og flyttes, men hva med vindmøllene? Norge har ca. 28 000 km strandlinje. Her burde det være mulig å dyrke både båt- og vannscooterlivet til fritid og i yrkesøyemed, uten at det ødelegger for andre. Endringer i småbåtloven er et steg i riktig retning, og regjeringen skal ha ros for dette. Det betenkelige er at regjeringen likevel har funnet det nødvendig å innføre visse restriksjoner i i § 40. Det er vanskelig for Fremskrittspartiet å se at det var nødvendig å innføre disse restriksjonene. Fremskrittspartiet har sammen med Høyre foreslått endringer, slik at all scooterkjøring blir lik båtkjøring. Hele forslaget fra regjeringen likner på et byråkratisk forslag som det er vanskelig å forstå for andre

det som jo er realiteten, er at flertallet av folk, allmennheten, ønsker fred og ro og mindre bråk langs kysten – ikke mer. Derfor har vi fått stor tilslutning til denne endringen, som ikke forbyr vannscooter, men som regulerer bruken. bruken. Her er det vi som tar til orde for frihet for de mange, mens Høyre og Fremskrittspartiet snakker om friheten for de få til å kunne kjøre fort og plage andre med sine rekreasjonskjøringsformål. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Det er fristende å kommentere forrige debatt,

hvor det jo kunne høres ut som om det var uenighet om opphevelsen av forbudet mot vannscooter – men det er det jo ikke. Det er det bred enighet om i denne sal. Jeg skal snakke om andre typer fartøy – noe større fartøy. Dette dreier seg om samtykke til tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip, som en samlet slutter seg til, og anbefaler Stortinget å ratifisere. Det er viktig fordi Norge i dag er verdens femte største shippingnasjon, målt i verdi. Derfor har vi et særlig ansvar for et velfungerende regelverk, som bidrar til strengere miljøkrav og bedre arbeidsforhold ved resirkulering av skip. Dette er ikke minst viktig fordi vi vet at en større andel av flåten vil bli skrapet de neste årene, som en følge av stadig nye miljø- og sikkerhetskrav fra bl.a. IMO, EU og USA. Denne trenden aktualiserer Hongkong-konvensjonen ytterligere. Det er en samlet komité som stiller seg bak denne konvensjonen, og det er også en samlet komité som bemerker at det er spesielt at det har tatt fire år for regjeringen å få denne konvensjonen til Stortinget. Konvensjonen ble fremforhandlet den 15. mai 2009, og regjeringen skriver i proposisjonen at det er «ønskelig at Norge bidrar til konvensjonens ikrafttredelse ved å tiltre så snart som mulig». Likevel har det tatt fire år før proposisjonen fant veien til Stortinget. Komiteen er derfor enig om at det nå er viktig at Norge bidrar til at så mange land som mulig ratifiserer denne konvensjonen, slik at den kan tre i kraft så raskt som mulig. Det vil kreve at 15 land, som til sammen representerer 40 pst. av bruttotonnasjen i verdens handelsflåte og 3 pst. av resirkuleringskapasiteten, ratifiserer konvensjonen for at den skal tre ratifiserer konvensjonen for at den skal tre i kraft. Det er dessverre langt igjen, og derfor hviler det et ansvar på Norge for å bidra til at så mange land som mulig gjør nettopp dette. Stortinget er i dag bedt om å gi samtykke til tiltreding av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip, av 15. mai 2009. Noreg foreslo allereie i 1999, som første land i verda, eit bindande rammeverk i regi av IMO, som gjeld skipsgjenvinning. Bakgrunnen var dei store utfordringane gjenvinning av skip skapar for både det ytre miljøet og for Skipsgjenvinning, slik det går føre seg i store skipsgjenvinningsnasjonar som India, Kina, Bangladesh og Pakistan, er prega av høg risiko for svært alvorlege arbeidsulykker og øydeleggjande påverknad av hav- og strandmiljøa i området rundt anlegga. Målet med konvensjonen er å førebyggje, redusere og, så langt som praktisk mogleg, eliminere arbeidsulykker og uønskt innverknad på helse og Konvensjonen inneheld bindande krav til skip og skipgjenvinningsverkstader, og det vert sett miljøkrav gjennom heile skipets livssyklus, inkludert krav til verkstadene. Konvensjonen stiller krav til at det skal verte utarbeidd oversikt over farlige stoff som finst i materiale og materialkomponentar om bord i skip, slik at dei kan verte handtert på forsvarleg måte når skipet seinare skal gjenvinnast. Enkelte farlege stoff vil òg verte forbode til bruk i skip. Det gjeld nyinstallering av materiale som inneheld asbest, ozonreduserande stoff, og nyinstalleringar av materiale som inneheld poliklorerte bifinyl. Skip skal kunne verte hogd opp ved verkstader som er i samsvar med konvensjonen, og som har utarbeidd ein plan over korleis arbeidet skal gjerast for å sikre ei sikker og miljømessig forsvarleg gjenvinning. Konvensjonen set krav til autorisasjon av skipshoggingsverkstader med heimel i m.a. reglar om førebygging av skadeverknader på menneske og miljø, sikker og opplæring, kriseberedskap og -tiltak, rapportering osv. Konvensjonen vil først og fremst vere viktig internasjonalt, då gjenvinning av skip som går føre seg i Noreg, er avgrensa. Fleire av dei stoffa som vil verte forbode, som asbest og ozonreduserande stoff, er allereie forbode i Noreg. Tiltreding av konvensjonen krev ikkje lovendring. Krav til skipsgjenvinning er allereie dekt gjennom løyve gitt i forureiningslova, mens arbeidsmiljølova dekkjer konvensjonens krav knytt til tilsyn med arbeidsmiljø. Konvensjonens krav til skip som ikkje allereie er dekt av nasjonal lovgiving, som krev at det er utarbeidd oversikt over farlege stoff om bord i skip og kvar det finst, kan verte gjennomførte i forskrift gitt med heimel i lov om skipssikkerheit av 16. februar 2007. På grunn av årlege utgifter av ein viss storleik, krev tiltreding av konvensjonen Stortingets samtykke, med heimel i Grunnlova § 26, andre ledd. Kravstilling og tilsyn med verksemder som driv med skipsgjenvinning, vil krevje 15 vekeverk for Klima- og Sjøfartsdirektoratet vil trenge 1–2 nye årsverk for å kontrollere at nye og eksisterande skip utarbeider innhaldsliste over farleg materiale om bord i skip, sakshandsaming av dispensasjonssøknader og klagesakshandsaming. Utgiftene til gjennomføring av konvensjonen vil verte dekt innanfor Miljøverndepartementets eksisterande budsjettrammer. For industrien i Noreg vil tiltredinga av konvensjonen først og fremst innebere kostnader for reiar og operatør, på grunn av utarbeiding og vedlikehald av innhaldsliste over farlege skip. Så vil eg leggje til at det internasjonalt likevel kan vere ein svært viktig konvensjon, men at det er langt fram før han er endeleg ratifisert. Det er riktig, som det vart sagt her, at det må 15 land til, som til saman er 40 pst. av bruttotonnasjen. Noreg er først, eller blant dei første landa, men det er viktig at vi i så stor grad som mogleg jobbar for at det vert etterlevd internasjonalt, òg fram til ratifikasjon, og til at andre land ratifiserer avtalen så raskt som mogleg, så han kan tre i kraft fullt ut. Det blir replikkordskifte. Det er altså en samlet komité som har stilt seg bak kritikken av at det har tatt fire år fra denne konvensjonen ble fremforhandlet i 2009, til regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Når regjeringen selv skriver i proposisjonen at det er viktig at konvensjonen ratifiseres så raskt som overhodet mulig, hvorfor har det da tatt fire år for regjeringen å utarbeide en proposisjon på seks sider? Eg kan ikkje svare for korfor det har tatt fire år. Men så vidt eg veit, er vi fortsatt det første landet som faktisk ratifiserer, så den effekten vi først og fremst vil ha nå framover, er å bidra til at det kan kome raskt på plass, og vise at eitt land går føre. Det er fleire andre land som òg nå er heilt i løypa – omtrent samtidig med oss på det. Men eg har ikkje oversyn over det fulle arbeidet i dei åra.

Men hvis Norge er opptatt av at dette er viktig, noe jeg håper vi er – vi har vært en pådriver i forhandlingene, så det tyder jo på at vi mener det – hvorfor har vi ikke da gått foran med et godt eksempel, og ratifisert denne konvensjonen for lenge siden? Det er ingen grunn til at man skulle vente fire år med å gjøre nettopp dette. Da kunne vi også tatt en lederrolle internasjonalt ved å og sørge for at flere andre land kommer etter. For det er riktig som statsråden sier, at vi er blant de første som gjør dette – dessverre – når vi vet hvor mye tonnasje som skal skrapes de nærmeste årene. Som eg svarte, veit eg ikkje kvifor det har teke fire år å gjennomføre det i Noreg. Men eg vil i all, kva skal eg kalle det, venskapelegheit kanskje spørje representanten Astrup om det verkeleg er det om det verkeleg er det som har hans merksemd i dag, etter at Noreg for det første foreslo det som første land i 1999 og så ratifiserer som det første landet – eller som eitt av dei første landa, det er enkelte andre land som er i den same prosessen no – for det andre for lenge sidan sjølv begynte å etterleve, slik at det neppe vil ha betydning for opphogging her i landet, og for det tredje har ei næring som er veldig langt framme, og som har teke skritt for faktisk å etterleve avtalen, sjølv om det ikkje er ein ratifisert avtale internasjonalt. Eg kjem gjerne tilbake igjen for å diskutere kva som skjedde i løpet av dei åra, men biletet er at Noreg sidan 1999 har vore leiande her internasjonalt, er først ute no og kjem til å fortsetje med å vere det, fordi vi er avhengige av å få med 14 andre land til å ratifisere avtalen før han faktisk tek til å gjelde. Statsrådens forgjenger har skrevet en bok som heter «Politikk er å ville». Jeg vil kanskje si at politikk er å gjennomføre. gjennomføre. Det er veldig bra at Norge har gått foran og bidratt til å forhandle frem en konvensjon, og at vi har tatt initiativ. Samtidig må det være viktig – det må vel statsråden være enig i – at vi viser hvor viktig denne konvensjonen er ved å ratifisere den raskt. Det at regjeringen har brukt fire år, viser at det kanskje ikke er så viktig for regjeringen. Hvilket signal sender man da til andre land som vurderer om de skal ratifisere denne konvensjonen?

reglar. Så er utfordringa at i Noreg vil ikkje dette betre tilstanden før vi har alle vilkåra intakte. Det vi kan bidra mest med, er, punkt 1: å få andre land med på å ratifisere og punkt 2: å få næringa til å følgje det som ligg i konvensjonen, sjølv om han ikkje er ratifisert. Det er på det daglege arbeidet det er viktig å ha gjennomføringskraft, for det er faktisk det som gjev oss resultat. Eg synest – for å vere heilt ærleg – at Høgre skulle prøve å glede seg hakket meir over det, etter at 14 års arbeid med å få konvensjonen på plass no fører til ratifikasjon, og saman med oss jobbe for at vi får 14 andre land med oss, slik at han kan ta til å gjelde. Som jeg har sagt flere ganger, er det prisverdig at Norge har tatt et initiativ internasjonalt, at vi har for å få på plass bedre regler for både miljø og sikkerhet når det gjelder resirkulering av skip. Det er det ingen tvil om. Formålet med denne utvekslingen er jo ikke at vi skal være enig i alt, men faktisk at vi skal belyse de tingene vi ikke er enige om. Er det noe næringen selv har etterlyst, er det jo at Stortinget faktisk kunne gått foran og ratifisert denne avtalen mye tidligere. Rederiforbundet har flere ganger tatt opp denne saken med departementet og spurt hvorfor saken ikke er kommet til Stortinget. Likevel har det tatt fire år. Mitt enkle spørsmål er hvorfor det har tatt fire år. Det merker jeg meg at statsråden ennå ikke har klart å svare på. Mitt enkle svar gav eg i det første svaret, at eg ikkje har svaret her og no. Men eg kan gjerne kome tilbake med det. Eg har merka meg at representanten har brukt fire replikkar på å gjenta eit spørsmål der han fekk det svaret at eg ikkje hadde Det tyder på eit heilt anna behov enn å få merksemd på internasjonal skipsfart og opphogging av skip; at han først og fremst har eit behov for å gjenta at han synest det burde ha kome noko tidlegare, og at han heller ikkje no er oppteken av å glede seg over kva vi har fått til, eller – viktigare, av å diskutere korleis vi skal få 14 andre land med på det, og korleis vi skal få internasjonal skipsfartsnæring til faktisk å etterleve konvensjonen før han vert sett i verk. Det er slik at det kan gå ganske mange år før vi har dei 15 landa på plass. Det vil vere utruleg viktig for mange menneske rundt omkring i verda dersom vi kan få næringa med på det. Eg har allereie ein god dialog med bl.a. Rederiforbundet om det, og eg vil vere oppteken av òg å dra Stortinget og andre parti med i det arbeidet. Det kan ha stor betydning

fra 1999 til 2009. Men Norge har valgt å bruke fire år på å legge saken fram for Stortinget. Meg bekjent er statsråden den ansvarlige statsråd for dette. Da er det for enkelt for statsråden å si at dette vet han ikke. Men det skal bli interessant på et senere tidspunkt å høre statsrådens grunn for at man har brukt fire år på å skrive seks sider. Men det skal bli interessant på et senere tidspunkt å høre statsrådens grunn for at man har brukt fire år på å skrive seks sider. Som sagt er mitt konkrete spørsmål til statsråden følgende: Hva har man gjort overfor andre land for å få dem til å ratifisere avtalen, selv om vi selv ikke har gjort noe som helst? Vi har i dag vedteke dette i Stortinget – dvs.vi kjem med stor sannsynlegheit til å vedta det etterpå. Vi har Det vi ser er hovudutfordringa, er at mange land held igjen, vegrar seg for å ratifisere. Det kan liggje langt fram i tid å få nok land med på det. Enkelte land, bl.a. Frankrike, meiner eg, ligg langt framme – er omtrent på same stad i løypa som oss. Men det er ingen tvil om at det vil krevje at vi jamleg fortset med å ha kontakt med andre lands myndigheiter om det,

ratifisert. Så det er arbeidet for å få andre til å ratifisere som vil være det viktige, og Norge har lenge varslet at vi skulle ratifisere. Meg bekjent er de retningslinjene som IMO jobber med når det gjelder konvensjonen, fortsatt ikke ferdige, så slik sett hadde det ikke hatt stor betydning om vi hadde ratifisert tidligere. Ellers synes jeg det er gledelig at vi gjør det. Det er viktig, som saksordføreren sa, fordi Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon. Og Rederiforbundet har gjort en stor og god jobb på dette området, etter at Greenpeace faktisk tok opp saken først, i 1998. Men det er også en annen grunn, og det er at Norge er på andre plass etter Hellas på en verstingliste blant EU/EØS-land som det landet som sender flest skip til opphugging på etter Hellas på en verstingliste blant EU/EØS-land som det landet som sender flest skip til opphugging på strender i Sør-Asia. Og hvis vi greier å få 14 land til å ratifisere denne avtalen, vil det bli slutt på en slik mulighet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra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

Det som er saken, er at det nå foreslås en statlig deltakelse i en fortrinnsrettsemisjon i Cermaq, hvorav statens andel utgjør om lag 700 mill. kr av en total pott på 1,6 mrd. kr. Samtidig er det i denne saken antydet at statens eierandeler i Cermaq reduseres ned mot 40 pst. Denne fortrinnsrettede emisjonen skal dels finansiere oppkjøpet av Copeinca, dels benyttes til å opprettholde solid finansiell kapasitet til å understøtte selskapets kredittverdighet og for å sikre finansiell fleksibilitet til fortsatt lønnsom vekst. Når det gjelder Copeinca, er dette en av de største fiskemel- og fiskeoljeprodusentene i Peru, som igjen er de viktigste innsatsfaktorene i Jeg vil understreke at Cermaqs styre mener at et kjøp av Copeinca er et strategisk viktig grep for å oppnå sikrere tilgang til kritiske råvarer samt muligheter for å bedre drift og lønnsomhet. Stortinget har tidligere når det gjelder andre selskaper behandlet tilsvarende typer saker, hvor en får større kontroll over helheten i sin produksjon, noe som kan vise seg å være en styrke. Styret mener også videre at kjøpet vil styrke Cermaqs strategiske posisjon og gi sikrere tilgang til en mer integrert verdikjede. Det er også grunn til å peke på at styret i Cermaq har anslått betydelige synergieffekter i tilknytning til oppkjøpet, og at de mener at disse bør kunne realiseres i løpet av få år. Dette understøttes også gjennom de vurderinger som departementet har avgitt til komiteen, og i utgangspunktet burde saken være forholdsvis enkel.

at man ikke gjennomfører transaksjonen mot Copeinca. Så langt i prosessen er det vurdert at budet kanskje ikke har tilfredsstillende karakter, og det er heller ikke vår oppgave konkret i denne saken å vurdere dette forholdet direkte, men vurdere det som styret og regjeringen foreslår overfor Stortinget i tilknytning til Cermaq. Så langt virker det som å være riktige vurderinger for selskapet. Jeg er derfor glad for at en samlet komité slutter seg til at man gir fullmakt til å delta på denne fortrinnsrettede emisjonen, og jeg tror at det er et viktig og riktig grunnlag som nå legges for Cermaqs videre utvikling og posisjon. Til slutt mener jeg bestemt at det er riktig også å nevne, siden det har vært framme i det offentlige rom i tilknytning til saken, til saken, at visse vurderinger har blitt gjort om selskapet og Copeincas samfunnsansvar – det er vurdert i saken. Ifølge det som er lagt fram for komiteen, har Cermaq gjort risikovurderinger på området bærekraft og samfunnsansvar, bl.a. med bistand fra en internasjonalt anerkjent bærekraftsrådgiver. Selskapet mener at det som har kommet fram knyttet til samfunnsansvar, er håndterbart. Jeg vil derfor bare understreke at det er særdeles viktig at selskapets styre og regjeringen i sin løpende dialog med selskapet følger opp dette svært viktige punktet om samfunnsansvar og også når det gjelder selskapets videre

at staten skal være med i sin del av emisjonen, slik at eventuelt styret og generalforsamlingen kan foreta sine beslutninger om oppkjøp av Copeinca. Det beløper seg til 700 mill. kr på den norske statens side, all den tid at vi har en eierandel på 43,5 pst. Denne eierandelen vil da bli redusert til ca. 40 pst. gjennom den oppgjørsformen som ligger til grunn for det tilbudet man ønsker å gi når det gjelder Copeinca. Så er det mye som kan skje i prosessen framover. Selv om vi sier ja i dag til å være med på denne emisjonen, kan det være at andre eiere utover dem som vi har oversikt over i selve saken, kan si nei til å være med på en emisjon, noe som faktisk kan

Når komiteens leder snakker om den vurderingen som ble gjort i forbindelse med kjøp av Copeinca, er ifølge den finansielle rådgivingen som Fondsfinans ASA har gjort for staten, Copeinca-aksjen rimelig, det er altså en såkalt «fair price», knyttet til den aksjen. Det er den vurderingen som er foretatt. Vi har ikke fått tilgang til annen informasjon enn den som ligger der. der. Fremskrittspartiet mener faktisk – og det sa vi allerede i eierskapsmeldingen som vi behandlet i denne salen for et par år siden – at Cermaq var et av de selskapene man kunne selge seg ut av. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått det i innstillingen, og jeg tar hermed opp det forslaget. knyttet til at vi ønsker å gi regjeringen en fullmakt til å selge statens aksjer i Cermaq ASA når man finner det riktig. Det er ikke akkurat pengene man trenger i denne saken, men det er rett og slett å finne en industriell aktør som kan drive selskapet videre framover på en annen måte enn det en gjør fra myndighetenes side. Dette bringer meg selvfølgelig over på det som i sluttfasen, da vi behandlet saken i komiteen, gjorde denne saken litt vanskeligere, nemlig at det i sluttfasen, da vi behandlet saken i komiteen, gjorde denne saken litt vanskeligere, nemlig at det ble fremmet et varsel om et mulig bud på selskapet Cermaq fra Marine Harvest. I den forbindelse sendte komiteen et brev til statsråden, der man bl.a. ba om

svar på. Min utfordring er selvfølgelig også knyttet til Cermaq ASA og vurderingen når det gjelder pris, for prisene på disse selskapene varierer sterkt nærmest fra dag til dag, og staten sitter som sagt med 43,54 pst. – det er vel det vi totalt eier – i selskapet. selskapet. Som sagt, Fremskrittspartiet mener at vi ikke har behov for å eie dette selskapet, og har fremmet forslag om at vi kan selge det. Det er klart at dette selskapet er i konkurranse med mange private aktører ute i markedet. Men samtidig skal vi som eiere opptre ansvarlig, vi skal sikre at verdiene i dette selskapet oppebæres. Det er det som er begrunnelsen for at Fremskrittspartiet stemmer for emisjonen, så sant de andre eierne også er med på emisjon for kjøp av Copeinca. På den så sant de andre eierne også er med på emisjon for kjøp av Copeinca. På den måten har vi bidratt til å opptre forretningsmessig i selskapet, og det skal vi som eier. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp det forslaget han refererte til. Saken er refererte til. Saken er «forholdsvis enkel», sier komiteens leder. Ja, for oss som lenge har ment at man burde selge selskapet, og som mente det i forbindelse med eierskapsmeldingen, er det nok ikke så enkelt. Egentlig er en samlet komité til slutt enig om noe som en del av oss er uenige om i bunn og grunn, og det er litt av problemet ved denne saken. Så her må man prøve å skille mellom hva som er forretningsførsel, hva som er prosedyrer, og hva som er Stortingets oppgave, og Stortingets oppgave er å bidra til ansvarlige prosedyrer i eierskapsbehandling. Det er helt sentralt. Vi har vært for å selge selskapet av flere årsaker, men særlig fordi virksomheten innebærer at staten har en dobbeltrolle med hensyn til reguleringer, med hensyn til konsesjonskrav, med hensyn til tilsynsmyndighet, mikset med et stort eierskap. Det har vi ment er uheldig, særlig når det også er et kategori 1-selskap, som har bare Så kan man gjerne gå inn i Marine Harvest-problematikken – de to foregående talerne har for så vidt gjort det. Det har også komiteens leder gjort. Slik jeg oppfattet ham, mente han at det ene budet kanskje var bedre enn det andre. Det mener ikke Høyre noen ting om i det hele tatt. Vi forholder oss til det vi har hørt og fått skriftlig. Vi ser at Vi ser at Fondsfinans tok noen forbehold. Dem har vi fått svar på, og utover det har ikke vi noen formening om at det ene er bedre enn det andre. Det viktige er i en så vidt komplisert sak å prøve å holde prosedyrene fra hverandre. Så har jeg lyst til å si at nå må prosessen gå sin gang, etter at innstillingen er vedtatt. Det betyr at selskapets organer skal behandle dette videre. Da er det viktig å minne om statens eierstyringsprinsipper, bl.a. at aksjonærer skal likebehandles. Nå er det ikke noe her som tyder på at man ikke har blitt likt behandlet, men når staten er en betydelig eier, går det også frem av prinsippene at man skal opptre på en slik måte at man har tillit i markedene og har tillit hos offentligheten. Jeg tror at denne saken er et typisk eksempel på det. Jeg tror at statsråden, og også regjeringen, må ha en veldig stor grad av oppmerksomhet på den videre behandlingen i generalforsamlingen og det som der skjer. Det vil være svært uheldig hvis vi kommer opp i situasjoner som viser at man i hvert fall burde ha unngått å skape en situasjon og å skape en situasjon og skape et bilde av at det er uklarhet i styringen. Det er selvsagt helt i orden at aksjonærer er uenige – ja. Men det er noe med premissene og grunnlaget man er enig eller uenig i, og jeg må si at det ville selvsagt vært enklere for Stortinget å få en sak på et tidligere tidspunkt. Jeg forstår at Marine Harvest som en stor aktør nå er interessert. Hvis de hadde vært interessert tidligere, ville det vært mye enklere å ta stilling til dette, i stedet for disse innspillene som kommer mens vi behandler saken. Det hadde også vært en mulighet for regjeringen å å operere med en fulltegningsgaranti og på den måten senket den offentlige eierandelen i selskapet hvis man hadde villet. Men jeg oppfatter at man har ønsket å beholde den eierandelen som har vært, og ikke gå noe særlig under 40 pst. Jeg minner igjen på at statens styringsprinsipper i den videre behandlingen blir helt sentrale, og dem vil vi passe på fra Stortingets side. Cermaq er eit av verdas leiande havbruksselskap, og staten eig 43 pst. av aksjane i selskapet. Styret i Cermaq har kunngjort at dei har til hensikt å kjøpe seg opp i Copeinca ASA. Som del av dette vil dei gjennomføre ein fortrinnsrettsemisjon på 1,6 mrd. kr. Regjeringa foreslår at staten stemmer for den foreslåtte emisjonen som styret går inn for. Det er i tråd med dei prinsippa som ligg til grunn for staten sitt eigarskap. Copeinca er produsent av fiskemjøl og fiskeolje, som er viktige råvarer for produksjon av laksefôr. I eigarskapsmeldinga er Cermaq plassert i kategorien for selskap der staten har forretningsmessige mål. Selskapet har til formål å drive fiskefôrproduksjon, fiskeoppdrett, havbruk og anna verksemd som har naturleg samanheng med dette. Selskapet skal ha ei aktiv rolle knytt til forsking og utvikling i marin sektor og oppdrettsnæringa, og det er eit forretningsområde som staten har funne det fornuftig å vere inne i, sidan det er ein viktig Cermaq peiker på at kjøp av Copeinca er strategisk viktig for den vidare utviklinga av selskapet. Nærings- og handelsdepartementet har engasjert eit eksternt byrå som meiner at prisen på aksjane er rimelege, eller, som andre har vore inne på her, går under det profesjonelle omgrepet «fair price». Så er det også eit anna forhold som det kan vere grunn til å nemne her, og det er at Cermaq har orientert departementet om at selskapet har gjort risikovurderingar på området berekraft og samfunnsansvar, og at dei har fått hjelp av anerkjende eksterne aktørar til dette. Det er, som saksordføraren var inne på, rimeleg å kommentere, sidan det også har vore ein del av mediedebatten noko tidlegere enn akkurat Det er ein bransje der det er mange utfordringar knytte til miljømessig berekraft og samfunnsansvar. Det er derfor naturleg å vise til eigarskapsmeldinga, der det blir lagt vekt på at statleg eigde selskap skal vere i fremste rekkje når det gjeld miljøtiltak i sin bransje. Vidare seier eigarskapsmeldinga at statleg eigde selskap skal vere leiande innanfor arbeidet med samfunnsansvar på sine område. Selskap med internasjonal verksemd skal knyttast til FNs Global Compact, og ILOs åtte kjernekonvensjonar skal leggjast til grunn for verksemda i selskapa. SV forventar at Cermaq legg desse føringane i eigarskapsmeldinga til grunn for det vidare arbeidet. Det er strategisk viktig for selskapet. Styret i

selskapet. Styret i Cermaq offentliggjorde 5. april at det har til hensikt å kjøpe seg opp i Copeinca ASA og som et ledd i dette å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 1,6 mrd. kr. Copeinca er en stor produsent av fiskemel og fiskeolje, som er kritiske råvarer for produksjon av laksefôr. Cermaq har i dag ingen egen produksjon av dette og dekker behovet sitt gjennom kjøp i det åpne markedet. Senterpartiet støtter regjeringens vurdering i den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i I dette ligger også en aksept for at statens eierandel reduseres fra 43,5 pst. ned mot 40 pst. Jeg viser også til Næringsdepartementets vurdering av at Cermaqs oppkjøp av Copeinca er godt strategisk og forretningsmessig begrunnet, og at det er strategisk og forretningsmessig fornuftig av staten å delta i den foreslåtte emisjonen. Dette vil innebære en investering på ca. 700 En statlig eierandel i Cermaq på mer enn en tredjedel sikrer staten negativ kontroll med beslutninger som krever to tredels flertall. En utvanning fra dagens nivå til 40 pst. endrer dermed ikke de formelle muligheter staten i dag har for slik kontroll over disse viktige avgjørelsene, herunder flytting av hovedkontor, utvidelse av aksjekapital og vedtektsendringer. Cermaqs virksomhet er i hovedsak oppdrett av laks og ørret og produksjon av fôr til de samme artene. Etter den planlagte overtakelsen av Copeinca legger Cermaq opp til å etablere Copeinca som en ny forretningsenhet for fiskemel og fiskeolje, med virksomhet i Peru. Når Senterpartiet støtter regjeringen i denne saken, er et viktig argument for oss at Cermaq vil dra nytte av den betydelige kompetansen og erfaringen i begge organisasjonene med hensyn til å forbedre ytelsen og kvaliteten på

ledelse. Statlig eierskap skal hindre utflagging av viktig spisskompetanse. Alt dette er viktige og gode begrunnelser for et aktivt statlig eierskap, selv om vi i Kristelig Folkeparti på generelt grunnlag ser et handlingsrom for en viss reduksjon i det statlige engasjementet på eiersiden i norsk næringsliv. Likevel er det én begrunnelse for aktivt statlig eierskap, som også ble nevnt i eierskapsmeldingen, som er spesielt viktig for oss i på over 600 mrd. kr skal staten utøve samfunnsansvar, dvs. at staten som medeier skal stille klare forventninger til hvordan bedrifter med statlig finansiering av eierskap opptrer i markedet. Det gjelder her til lands, og det gjelder i den grad staten har eierandeler i selskaper som har interesser eller er lokalisert i andre land. Jeg vil her vise til komitéinnstillingen fra næringskomiteen da eierskapsmeldingen ble behandlet 9. juni 2011. Der heter det i kapitlet om regjeringens forventninger til og oppfølging av selskapenes samfunnsansvar: Regjeringen forventer at: – «Selskaper med internasjonal virksomhet knytter seg til FNs Global Compact, og at selskaper med internasjonal leverandørkjede vurderer det samme.» – «Selskaper med internasjonal virksomhet eller internasjonal leverandørkjede legger ILOs åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin Folkeparti har ved gjentatte anledninger understreket det samfunnsansvaret staten har som eier. Det er også en viktig grunn til at vi gir vår tilslutning til aksjeemisjonen som skal gi Cermaq ASA mulighet til å kjøpe opp Copeinca ASA. Begge disse selskapene opererer i en næring der miljøutfordringer og hard beskatning av fiskearter som råstoff for fiskefôr er sentrale problemstillinger. Vi har ikke noe problem med å se de rent forretningsmessige fordelene ved transaksjonen, der Cermaq skaffer seg kontroll over en av verdens største produsenter av fiskeolje og fiskemel. For oss er det likevel et svært viktig argument for å støtte statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen at fortsatt statlig medeierskap i Cermaq også gir mulighet til å utøve aktivt og ansvarlig eierskap. Som medeier skal staten gi styringssignaler når det gjelder ressursuttak, forebyggende miljøarbeid og en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk for selskapets ansatte i land med helt andre forhold i arbeidslivet enn det vi er vant med. Vi konstaterer samtidig med en viss bekymring at beslutningsgrunnlaget kunne ha vært bedre i denne saken. I prosessen har Marine Harvest varslet at de vil legge inn et bud på Cermaq ASA, uten at departementet har foretatt en ekstern vurdering av innholdet i budet. Vi registrerer også at Fondsfinans ASA er blitt engasjert av departementet som finansiell rådgiver, og at de mener at prisen Cermaq skal betale for aksjene, er rimelig, med forbehold om at informasjonen fra selskapet er riktig. Samtidig har Fondsfinans understreket at det knytter seg vesentlig usikkerhet til framtidige kvoter av fiskeråstoff, med tilhørende volum- og prisutsikter for fiskemel og -olje. Fondsfinans har også påpekt usikkerhet om nivået på driftskostnader, skatter, avgifter, investeringer og synergieffekter i forbindelse med oppkjøpet av Copeinca. Kristelig Folkeparti mener det er uheldig at Stortinget skal fatte vedtak i denne saken på et så vidt usikkert grunnlag. Vi mener at departementet burde ha vurdert disse usikkerhetsmomentene nærmere i merknadene til saken. Med disse kommentarene vil Kristelig Folkeparti gi sin tilslutning til at staten deltar i en fortrinnsrettsemisjon som gjør det mulig for Cermaq ASA å kjøpe seg opp i Vi er innforstått med at transaksjonen nå vil medføre at statens eierandel i Cermaq ASA blir redusert til minimum 40 pst., slik at staten fortsatt har negativ eierkontroll i saker som krever mer enn to tredjedels flertall. Vi er videre innforstått med at det blir gjort nødvendige endringer i statsbudsjettet for å finansiere statens andel av emisjonen. Venstre har det samme standpunktet som vi i og

seg har hatt i forbindelse med alle eierskapsmeldinger, i hvert fall de to siste, når det gjelder offentlig eierskap: Det firmaet vi i dag snakker om, Cermaq, burde ikke vært en del av det som det er en viktig offentlig oppgave å eie. Det er viktig at det offentlige er aktiv eier og bidrar på områder der det er viktig å delta med sitt eierskap. Når det gjelder Cermaq, mener vi det er uryddig av staten å være både eier og en så viktig reguleringsmyndighet på samme område. Derfor har vi ment at vi bør selge oss ned i dette firmaet så fort som mulig. Når vi leser saka, virker det som om regjeringas motivasjon knyttet til dagens utvidelse handler om å beholde det statlige eierskapet også for lang tid framover. Og sjøl om man får en beholde det statlige eierskapet også for lang tid framover. Og sjøl om man får en mindre eierandel i Cermaq, betyr dette at man øker statens andel på Oslo Børs med 700 mill. kr. Staten eier veldig mye av Oslo Børs og vil med denne utvidelsen eie enda mer. Det mener Venstre er i feil retning. Det man også går inn og gjør, er å kjøpe et selskap som flere ganger har blitt bøtelagt for overfiske. Det mener vi stiller store miljøpolitiske spørsmål, og jeg er også usikker på om det er slike selskaper som man skal bidra til oppkjøp av fra denne salen. Vi ser også at det fins interessenter som ønsker å Noen av dem er også deleiere, og mange av disse deleierne er også kritiske til denne utvidelsen. I sum er dette en sak som er preget av stor usikkerhet. Vi er veldig usikre på om dette er fornuftig strategisk. Vi er veldig usikre på om dette er fornuftig miljømessig. Og vi mener det er et skritt direkte i feil retning når det gjelder salg og offentlig eierskap både på Oslo Børs og innenfor hvilke firmaer vi bør være aktive i. Vi er også veldig usikre på om dette er riktig forvaltning av vår felles formue. Det man i realiteten gjør, er å flytte 700 mill. kr fra oljefondet og oljefondets avkastning inn i dette. Vi kommer til å følge det vi prinsipielt har ment tidligere, sjølsagt, og stemmer for forslag nr. 1, men vi kommer også til å stemme imot utvidelsen og det forslaget til vedtak som ligger i saken. La meg først få takke saksordføreren og

og å stemme for en rettet emisjon i Cermaq for å betale en del av Copeinca-aksjene med Cermaq-aksjer. Dette er saker på ordinær generalforsamling 21. mai. Gjennom den proposisjonen som i dag er til behandling, bes det om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å bruke ca. 700 mill. kr for å delta proratarisk i en kapitalutvidelse på 1,6 mrd. kr i Cermaq. Copeinca ASA er en Copeinca ASA er en stor produsent av fiskemel og fiskeolje som er kritiske råvarer for produksjon av fiskefôr. Cermaq har i dag ingen egen produksjon av fiskemel og fiskeolje, og styret mener kjøpet er viktig for å oppnå en sikrere tilgang til disse råvarene. Fiskeolje og omega 3 generelt forventes å bli en mer knapp ressurs, og produksjonen til Copeinca vil kunne dekke en betydelig del av Cermaqs behov for fiskeolje og fiskemel. Etter kjøpet av Copeinca vil Cermaq være et integrert proteinselskap med en verdikjede som dekker fangst av anchoveta, produksjon av fiskeolje og fiskemel, produksjon av fiskefôr, fiskeoppdrett, salg og distribusjon. Det er regjeringens vurdering at oppkjøpet av Copeinca er godt strategisk og forretningsmessig og at Cermaq med dette vil styrke sin strategiske posisjon. En slik transaksjon vil alltid innebære en viss risiko, og ulike risikofaktorer er beskrevet i proposisjonen. Etter selskapets vurdering innebærer ikke et slikt oppkjøp en uforholdsmessig høy risiko, verken omdømmemessig, operasjonelt eller finansielt. Nærings- og handelsdepartementet har engasjert Fondsfinans som finansiell rådgiver. Fondsfinans har avgitt en såkalt «fairness opinion», eller rimelighetsvurdering, hvor de konkluderer med at prisen Cermaq har avtalt for kjøp av aksjene i Copeinca, er rimelig, eller såkalt «fair», og at det er rasjonelt for staten å investere i Cermaq gjennom deltakelse i emisjonen. De ulike risikofaktorene er hensyntatt i Fondsfinans' verdivurdering. Cermaq vurderer risikoen som håndterbar. Dette gjelder bl.a. risiko knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, hvor Cermaq mener at de med sin kompetanse kan bidra til å styrke håndteringen av disse spørsmålene. Dette er også noe departementet legger vekt på i oppfølging av selskap med statlig eierskap, og det vil vi fortsette med. Når det gjelder det budet på Cermaq som Marine Harvest 30. april varslet på visse betingelser, vurderer jeg det som positivt at en sentral aktør viser interesse. Det foreligger per i dag ikke et formelt bud, men departementet har likevel gjort en vurdering av Marine Harvests kunngjøring. Som jeg ga utrykk for i brev til næringskomiteen 3. mai, er det vår foreløpige vurdering at et bud på 105 kr per aksje ikke reflekterer Cermaqs underliggende verdier og for en type transaksjon som foreslått. Dette er også vår endelige vurdering. En annen betingelse er at aksjonærene i Cermaq velger å ikke gjennomføre Mitt utgangspunkt er som kjent at det vil være forretningsmessig fornuftig av staten som aksjonær i Cermaq å stemme for å delta i emisjonen. Det vil legge vil rette for et styrket Cermaq som også i framtiden kan delta aktivt i videre konsolidering i bransjen. Skulle emisjonen derimot ikke bli vedtatt, blir det ingen kapitalutvidelse i selskapet og dermed heller ingen bruk av statens midler. Slik jeg ser det, har det per i dag ikke kommet fram nye vesentlige opplysninger som skulle endre på forutsetningene i proposisjonen som er lagt fram eller i konklusjonen på den. Regjeringen mener derfor at det er riktig at staten deltar proratarisk i den foreslåtte kapitalutvidelsen hvor statens andel vil være ca. 700 mill. kr, og ber om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å delta i fortrinnsrettsemisjonen. Jeg er glad for at det ser ut til å bli et bredt flertall.

og at man ikke fant det godt nok. Da det budet ble framlagt, var det 22 pst. over dagens sluttkurs til selskapet den dagen. Mitt spørsmål til statsråden er i første rekke bare for at vi skal sørge for at vi har et godt grunnlag for de budene som kommer. Dersom det blir framlagt et konkret bud på statens aksje, vil statsråden sørge for at man får en ekstern vurdering, enten gjennom Fondsfinans eller noen andre, som vurderer disse tingene, slik at vi kan fatte en beslutning på slikt grunnlag? Det er vår tanke at hvis vi får en formell situasjon,

bruker den kompetansen som er best egnet til det. Det er ikke alt vi har innad, selv om vi har styrket vår eierskapsavdeling betraktelig. Dette er den type vurderinger vi vil bruke ekstern konsulenthjelp til å få

etter statsrådens mening være med på å oppfylle formålet med at man bruker selskapet til å videreutvikle norsk oppdrettsnæring? Vi har plassert Cermaq i det som heter kategori 1-selskap, det vil si at vårt formål med eierskapet er kommersielt, og målet med forvaltningen er å maksimere de verdiene som ligger i selskapet.

utvikling av oppdrettsnæringen, at Marine Harvest skulle gjennomføre en transaksjon som er luftet i media, må vi ta stilling til hvis et slikt konkret bud kommer. Det vil jeg ikke spekulere rundt i Stortinget. Vi skal vurdere det på en seriøs og ordentlig måte. Det kan kanskje være vanskelig å behandle en slik konkret case, men for å løsne litt på det: I man har brukt den målformuleringen om at staten er opptatt av at selskapet er en vesentlig aktør i videreutviklingen av norsk oppdrettsnæring, så er den ikke bare underordnet – den betyr vel noe, formoder jeg. Ser da statsråden andre konstellasjoner eller andre muligheter der man kan bruke selskapet Cermaq for å videreutvikle norsk oppdrettsnæring? Og da ser jeg det i lys av den stortingsmeldingen som nå foreligger, der man har en ganske ambisiøs og potent

bidrar til en slik styrking, også ved at Cermaq da blir et bedre integrert selskap i de ulike leddene i kjeden. Og jeg mener at Cermaq skal fortsette å være det, både om de inngår i ulike industrielle, strukturelle løsninger, og om de fortsetter som et eget selskap. Vi har jo flere store selskaper – Marine Harvest er det klart største i Norge, men man har Lerøy, SalMar og mange andre – som bidrar hver eneste dag til ny innovasjon, teknologiutvikling, god drift, miljøløsninger osv., og Cermaq skal være ett av disse selskapene. Det gjør de i dag, og det skal de gjøre i framtiden. De skal drives på et forretningsmessig grunnlag, og vi skal ta stilling til framtiden for dem også på det grunnlaget.

de ulike partienes posisjoner. Jeg har bare et par små kommentarer til representanten Flåtten. Han omtalte det slik at jeg sa at saken er enkel. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa at saken i utgangspunktet burde vært enkel, men at budet fra Marine Harvest gjorde at man fikk andre elementer inn i saken som en selvfølgelig har reflektert over. Likeledes at jeg sa at det ene budet er bedre enn det andre. Nei, det sa jeg heller ikke, jeg sa at det er ikke noe vi konkret skal vurdere i forbindelse med denne behandlingen. Men så dukker det opp en interessant sak nå til slutt i replikkordskiftet mellom statsråden og representanten Frank Bakke-Jensen. For det kunne tilsynelatende høres ut som om Høyres representant mente at kunne ha en betydelig posisjon med hensyn til å utvikle videre oppdrett og havbruk i Norge. Det er da jeg blir litt forundret når de uten forbehold foreslår å selge Cermaq, uten å vurdere hvilken betydning det får for utviklingen innenfor norsk havbruksnæring. Det synes jeg er litt underlig. Det viser den prinsipielle inngangen til Høyre til det statlige eierskapet, om at det er om å gjøre å selge uten å vurdere hvilke konsekvenser det får for en videre utvikling av norsk oppdrettsnæring – som en samlet komité sluttet seg til i eierskapsmeldingen, da vi behandlet den for veldig kort tid siden. For der skriver vi tydelig: «Komiteen viser til at staten er opptatt av at selskapet er en vesentlig aktør i videreutviklingen av norsk oppdrettsnæring.» Med det mener selvfølgelig komiteen at Cermaq skal være det. Men når en da uten noen forbehold velger å gå inn for å selge selskapet, å avhende selskapet, er det også en veldig tydelig understreking av Høyres inngang til eierskap i denne saken: at det er om å gjøre å selge, uten å se på konsekvensene for utvikling av norsk oppdrettsnæring. Helt innledningsvis vil jeg bare takke statsråden for den avklaringen han nettopp kom med, som er

det var veldig bra at statsråden i sitt svar på mitt spørsmål var veldig konkret på at det ville finne sted om et sånt bud dukket opp. Jeg vil også presisere at det vi gjør i dag, er at vi sier ja til emisjon ut fra vår andel i selskapet. Det er det vi behandler – dersom oppnår tilstrekkelig støtte blant selskapets aksjonærer for å foreta en slik emisjon. Det er det som ligger på bordet, og det er det vi gir vår tilslutning til i dag. Så en liten sak knyttet til komiteens leders lille passiar med Høyre. Jeg er helt sikker på at Frank Bakke-Jensen kommer til å forsvare seg selv, men vi er med i samme merknad, derfor vil jeg drive litt høytlesning for komiteens leder. Det kan være veldig greit når han kommer med den uttalelsen han gjør, for dette dreier seg faktisk om hvorfor man ønsker å selge. Det gjorde man rede for allerede i eierskapsmeldingen; vi påpekte allerede den gangen at man ville gi regjeringen fullmakt til å selge seg ned. I innstillingen står

for jeg er helt sikker på at dersom man kan finne andre industrielle eiere til et selskap som Cermaq, vil det kunne gi et enda mer robust selskap, og i tillegg videreføre selskapet med den kompetanse som en der måtte inneha. Det er ikke slik at staten alltid er den beste eieren, men staten kan også være eier inntil det tidspunkt man finner andre aktører som kan bidra. Så det er ikke nødvendigvis slik at man andre aktører som kan bidra. Så det er ikke nødvendigvis slik at man absolutt skal selge selskapet, men dersom tiden er riktig, dersom aksjonærene ønsker det – øvrige aksjonærer – og dersom det kan være i selskapets interesse å få inn også andre eiere, da ønsker Fremskrittspartiet å ha den muligheten åpen, og ønsker å gi regjeringen den

fullmakten. Det var næringskomiteens leder, representanten Aasland, som ga meg muligheten til å påpeke en liten forskjell, og det er jeg takknemlig for. Høyre har et veldig bevisst forhold til eierskap. Mens næringskomiteens leder viser at han har et forholdsvis bevisstløst forhold til det, er det for Høyre viktig å å poengtere at man skal eie noe, men man skal vite hvorfor man eier det, og man skal ha et mål med eierskapet. I eierskapsmeldingen begrunner vi hvorfor vi ville selge selskapet Cermaq. Staten har en stor tilsynsrolle, en stor forvalterrolle, i forhold til en næring som oppdrettsnæringen – en næring som vi har varslet at vi skal bruke for å bli verdens fremste sjømatnasjon. I sjømatmeldingen behandler vi tall der verdiskapingen skal øke med seksgangen for sjømatnæringen fram til 2050. Vi skal altså bli en formidabel aktør. Da mener vi i øke med seksgangen for sjømatnæringen fram til 2050. Vi skal altså bli en formidabel aktør. Da mener vi i Høyre at det er viktig at staten har et bevisst forhold til det med eierskap. Det er også det som gjør at jeg stiller spørsmål til statsråden om man har forholdt seg til målformuleringen i eierskapsmeldingen når man har vurdert den saken vi behandler i dag:

Så det er ikke sånn som næringskomiteens leder prøver å stemple oss som her, at vi springer ut og roper selg, selg så snart vi har muligheten til det. Nei, tvert imot har vi et veldig bevisst forhold til at staten som eier skal framstå som profesjonell eier – et veldig bevisst forhold til det.

hva som er tilstanden i Cermaq. Vi argumenterer i den påfølgende spalten for hvorfor vi mener man bør selge selskapet. Det er vi som er prinsipielle i denne saken. Vi står ved det vi sa i forbindelse med eierskapsmeldingen, vi har gode begrunnelser for å mene at man bør selge selskapet. Så har vi gode begrunnelser for hvorfor man skal være prinsipielle og formelle når det dukker opp saker i selskaper der man trenger Stortingets tilslutning, f.eks. til denne emisjonen som det ikke er spesielle grunner til å gå imot. Men å bruke anledningen til å snakke om Høyres generelle og at vi vil selge ned både det ene og det andre – jeg vet jo at dette er et yndlingstema for våre ærede motstandere i Arbeiderpartiet – hører ikke til saken. Vi har finsiktet våre prinsipper i denne saken. Derfor støtter vi regjeringen i dette, istedenfor å buldre frem og si: Selg det hele. Vi forvalter det ansvaret vi har for å være eier, helt ute i enden av selskapet. Det at vi sier i forbindelse med eierskapsmeldingen, at staten er en vesentlig aktør, betyr jo ikke at den skal være det, da hadde vi skrevet det. Jeg er i hvert fall som statsråd

de drøfter eierskapet rundt Cermaq. Siden vi debatterer innstillingen, er det ikke rart om kanskje den delen av innstillingen også blir debattert. Når man sier at man har en prinsipiell tilnærming, og man mener at staten ikke bør eie der man har regulatorisk myndighet, blir konsekvensen av den logikken at det er veldig mange sentrale En av de mest regulerte områdene vi har i norsk næringsliv, er olje- og gassektoren. Der eier vi et stort oljeselskap, Statoil, med 67 pst. Hvis prinsippet er at vi ikke kan eie der vi regulerer, må Statoil selges. Telenor, Norges nest største selskap, er også innenfor et område som er regulert.

et område der en også er avhengig av store kraftkontrakter – et meget regulert område som påvirkes av offentlige beslutninger – må selges ut. I dette politiske førvalgskampklimaet – der Høyre sitter så stille i båten at man omtrent ikke merker at det er en båt og at man er på gyngende grunn så stille i båten at man omtrent ikke merker at det er en båt og at man er på gyngende grunn – er det ikke rart at man prøver å late som om man ikke er imot statlig eierskap, for dette statlige eierskapet har ganske bred støtte, ikke minst fordi det er et økonomisk godt, og at det sikrer norsk hovedkontor og norske inntekter, mange grunnrenteforhold og annet. Staten er en stor eier. Vi eier nå 4 000 mrd. kr og mer enn det obligasjoner. Et salg av norske selskaper vil bare føre til at vi må kjøpe oss mer opp i de utenlandske og eie mindre her hjemme. Men det som var fint med både Svein Flåttens innlegg og Frank Bakke-Jensens prinsipielle tilnærminger, var at jeg følte at vi fikk litt ordentlig Høyre-politikk for en gangs skyld – hva man egentlig mener om det statlige eierskapet. Det er det godt å ha med seg når vi skal bestemme Norges retning videre den 9. september.

av representanten Flåtten beskyldt for å «buldre fram». Jeg ville vel ikke oppfattet at jeg i mitt forrige innlegg på noen måte buldret fram. Jeg påpekte bare at representanten Frank Bakke-Jensen var litt opptatt av det som står veldig tydelig i eierskapsmeldingen og også i innstillingen fra komiteen, nemlig at staten er «opptatt av at selskapet er en vesentlig aktør i videreutviklingen av norsk oppdrettsnæring». Så lurte jeg på hvilke avklaringer, hvilke tanker, de i denne forbindelse hadde om det i tilknytning til Cermaq, når de er med på et forslag der en på prinsipielt grunnlag – mer eller mindre – ønsker å selge selskapet. Så er jeg selvfølgelig klar over at Høyre også hadde den posisjonen i tilknytning til eierskapsmeldingen – det er formelt riktig. Men så vil jeg bare understreke at også flertallet her, som ikke nå velger å peke på salg som løsning, også veldig tydelig i den saken vi behandler, sitt på det tørre med hensyn til et formelt riktig grunnlag. For saken om utvidelsen av Cermaq mot Copeinca som vi behandler, er med på å understøtte statens formål med selskapet. Der er det vitterlig sånn at formålet med statens eierskap er å bidra til utvikling av et viktig miljø for oppdrett, fôr og forskning på fôr i Norge og internasjonalt.

Men det er litt underlig at hver gang en tar opp Høyres iver etter å privatisere, blir man omtalt som å «buldre fram». Svein Flåtten har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

samtidig med at man er statlig eier. Det er én vesentlig forskjell mellom alle eksemplene til statsråden og komiteens leder, og det er at dette er et selskap i kategori 1. Hvis statsråden har noen flere som er tilsvarende, der staten også er reguleringsmyndighet, vil jeg gjerne se dem. Jeg tror Cermaq er helt spesiell i denne sammenhengen, og det er også i en veldig spesiell

prinsipielle grunner for å se på hva slags roller man har og om staten skal ha både tilsyn og dominerende – stort – eierskap, eller om man bør kikke på det, veldig ofte kommer springende med Statens pensjonsfond utland. Det er faktisk sånn at i alle fall for de aksjene vi eier i utlandet, springer ikke staten inn med noe tilsyn eller med noen forvalter. Der er det ikke noen dobbeltrolle. Der er staten ute og eier, ganske enkelt, så da er det ikke veldig problematisk. Men det er enkelte ganger grunn til å stille spørsmål ved om staten skal være både en dominerende eier og ha tilsyns- og forvaltningsmyndighet. Det er det vi har stilt spørsmål ved, og for dette selskapet har vi vurdert det sånn at det ikke er gunstig. Da skal vi en gang, sier vi, selge det. Men som det er sagt tidligere i innlegget, når vi eier nå, skal vi framstå som seriøse seriøse eiere og profesjonelle eiere. Derfor har vi i full fusjon gått inn for regjeringens opplegg. Representanten Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

I den forbindelse kan man gå inn og se på hva Fremskrittspartiet og andre partier har ment om hvert enkelt selskap. Det er nettopp i kategori 1-selskap Cermaq befinner seg, og det var i den forbindelse at man foreslo å gi regjeringen fullmakt til å selge seg ned når man mente tidspunktet kunne være riktig både av hensyn til aksjonærene og selskapet. Hvis man lurer på hva opposisjonen mener om hvert enkelt selskap, kan statsråden gå inn og

innstilling. I sakene nr. 4 og 5 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

normaltid, så jeg
oppe. Det